er litt unødvendig og følerier, men i tider der alle partier er opptatt av mobbing, har vi fått beskjed om at et godt læringsmiljø er viktig for motivasjon og for å unngå mobbing. Voksne er ikke annerledes enn unger – vi liker å føle oss nyttige, at vi fortsatt mestrer, at vi blir sett, og at vi betyr noe. Så er jeg kanskje mest bekymret akkurat nå for faglærerne. Jeg har for ikke så lenge siden tatt opp rekruttering av nye faglærere fra denne talerstolen. Rekruttering av nye henger sammen med frafall av gamle. Det har ikke vært særlig fokus på faglærerne de seinere åra, i alle fall ikke faglærere som er knyttet til typiske yrkesfag. Vi trenger ikke bare faglærere innenfor fellesfagene, men vi trenger flere faglærere også til å undervise i fag som mat og helse, bygg og anlegg, formgiving osv. Det er viktig å ha fokus også på denne gruppen lærere. Her mener vi i Senterpartiet at vi har en jobb å gjøre fortsatt, bl.a. for å se på hvordan vi kan lette rekrutteringen fra andre yrkesgrupper inn som lærere. Innenfor formgivingsfagene er det f.eks. mange kunstnere som kan undervise i deler av fagopplæringen. Det er folk med god fagbakgrunn, men som kanskje mangler pedagogikk. Det samme gjelder rekruttering av faglærere i f.eks. mekaniske fag. Rekrutterer du en fra oljenæringen, så er det ganske sikkert at han også har en del kvalifikasjoner i forhold til f.eks. fagengelsk. Her må vi gjennomgå kravene, slik at vi får en god og fornuftig rekruttering av viktige fagpersoner. Her tror jeg det nye kvalifikasjonsrammeverktøyet kan bli viktig. Hospiteringsordninger der faglærere deltar i bedrift og bedriftsansatte kan komme inn i skolen, vet vi fungerer ganske godt i enkelte fylkeskommuner. Det bør være flere ordninger som inspirerer flere fylkeskommuner. Det er alltid lett å rope på nye ordninger som skal iverksettes sentralt, og så tenker en at det meste ordner seg. Verden er ikke slik. Det er derfor GNIST-prosjektet er viktig. Det er viktig at vi jobber sammen på mange nivå og med med organisasjonene. Med de tiltakene som er igangsatt så langt, skulle det være rikelige muligheter for kommuner og fylkeskommuner å planlegge hvordan de vil beholde lærerne lenger. Det er et langsiktig arbeid, og det handler også om ledelse. Lønn forhandles med KS, og godt miljø, kompetanseheving og en litt enklere hverdag etableres på det enkelte lærested. I 2009 gikk 40 lærere av med AFP i Skien. Det var dobbelt så lærested. I 2009 gikk 40 lærere av med AFP i Skien. Det var dobbelt så mange som året før. Det samsvarer også litt med noen undersøkelser som sier at halvparten av lærerne over 55 år planlegger å benytte seg av førtidspensjonering. Jeg møter utrolig mange av dem. Det er dyktige folk. Det er egentlig folk som har mye kompetanse å kunne bidra med, både inn i skolen og i samfunnet for øvrig. Derfor spør jeg meg: Hva er det som gjør at dyktige fagfolk da ikke står i skolen tiden ut? Hva er det som gjør at Hva er det som gjør at de ikke lenger bidrar med alt det de har lært gjennom et langt og godt yrkesliv, inn i skolen lenger? Kristelig Folkeparti har som mål at vi skal lage et samfunn der vi sier at vi har bruk for denne kompetansen. Hvis vi skal lage en slik type samfunn, kan vi ikke ha det slik at noen føler at de ikke har følelsen av at det er behov for dem på arbeidsplassen, at det ligger en forventning om at man skal gå av med tidlig pensjon. Mange, som har valgt å stå helt ut, forteller meg at de har fått mange spørsmål om hvorfor de ikke har tatt ut AFP, hvorfor de ikke etter lang og tro tjeneste nyter å få det litt annerledes. Så svarer de: Nei, vet du hva, jeg har lyst til å jobbe. Men det å få disse spørsmålene er utrolig sårende. Så her tror jeg det handler noe om holdninger som sier: Vi har bruk for dere. I Kristelig Folkepartis skolepolitikk jobber vi med å lage en obligatorisk mentorordning, og jeg vet at statsråden føler det som et gnagsår at

å skape en god start for de nye lærerne som skal komme inn. De kan si noe om alle de tabbene man gjorde i starten, og de kan gi en ny lærer en bedre start og en bedre kompetanse som man kan fullføre. Kristelig Folkeparti har som mål å få dette til, at lærere skal kjenne at det er behov for dem, og vi må være klare på at vi trenger deres kunnskap. Så langt om saken. Så til Stortinget: Det forundrer meg at vi nok en gang skal diskutere en sak hvor alle egentlig er enige om at her er det viktig at vi gjør noe – men det blir ingen tilslutning til konkrete forslag om å gjøre noe. Noen ganger er det et problem at opposisjonen er for detaljert, at vi kommer med så mange konkrete punkter som er vanskelige å ta stilling til over bordet uten at man har fått hørt hva byråkratiet har sagt, hva dette egentlig betyr, og konsekvensene av det. Noen ganger er det fordi man ikke aner hva de økonomiske konsekvensene er. Men i dag har vi gitt en meny fra opposisjonens side i to forslag. I forslag nr. 1 ber vi regjeringen fremme en sak for Stortinget om seniortiltak i skolesektoren. og sier at dette må hun forhandle gjennom i regjeringen. Men det første forslaget handler egentlig om å gjøre representanten Tingelstad Wøiens innlegg om til politikk og levere det for Stortinget. Stortinget. Jeg kunne ønske meg en flertallsregjering som begynte å bruke politikken på alvor, som begynte å se at her er det noen felles ting som vi kan bli enige om og gjøre noe med, og som ikke først og fremst bare er opptatt av å skulle beholde en utspillsrett. Seniorlærerne hadde fortjent at vi hadde gjort Senterpartiets innlegg i dag om til konkret politikk og kommet tilbake med konkrete tiltak. De hadde fortjent at Tor Bremers innspill om saken hadde blitt gjort om til politikk og kommet som innspill, og de hadde fortjent at representanten Aksel Hagens politikk hadde blitt gjort om og kommet som konkrete innspill i en tiltaksmelding til Stortinget. Det kan ikke være tvil om at ved siden av kampen mot frafall i skolen er det å rekruttere lærere og til Stortinget. Det kan ikke være tvil om at ved siden av kampen mot frafall i skolen er det å rekruttere lærere og holde på de lærerne vi allerede har, blant de største utfordringene vi står overfor i skolepolitikken i årene som kommer. Tendensen er klar: Vi kommer til å mangle lærere i skolen – mange lærere – kanskje opp mot 18 000 lærere i 2020, hvis fremskrivningene slår til.

og å innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig mange lærere både i grunnskolen og i videregående skole. Det det handler om, er bredden av tiltak som må settes inn for at flere skal velge å bli lærere. Men det handler også om bredden av tiltak som må til for at flest mulig lærere skal stå lengst mulig i jobben sin. Det er simpelthen ikke godt nok når vi får melding om at bare et fåtall lærere – faktisk bare ifølge den siste undersøkelsen fra Utdanningsforbundet – planlegger å stå i jobben fram til de blir 67 år. Nettopp dette er bakgrunnen for det forslaget Trine Skei Grande og jeg har fremmet i denne debatten. Vi vil rett og slett gjøre vårt og bidra til at flest mulig lærere står lengst mulig i Ifølge 2007-tall fra Utdanningsforbundets medlemspanel ønsker så mange som tre av fire lærere å arbeide etter 60 år, men svært mange opplever at det i altfor liten grad legges til rette for dette. Godt voksne og erfarne lærere er en uvurderlig ressurs i skoleverket, som vi må ta mye bedre vare på enn vi gjør i dag. Det har vi hørt at flere har vært inne på i debatten. Tilbakemeldingene fra lærere om hva som skal til for å stå lenger i jobb, er selvsagt mangfoldige, men det aller viktigste tiltaket for at lærere skal fortsette lenger i læreryrket, er at de får god mulighet til å utføre sine kjerneoppgaver som lærere. Kort sagt: Lærerne må få være I tillegg viser undersøkelser at flere andre forhold oppleves som viktige, bl.a. godt psykososialt arbeidsmiljø, god ledelse, godt fysisk arbeidsmiljø, stor frihet i yrkesutøvelsen, høyere lønn, redusert arbeidstid og gode ordninger for videre- og etterutdanning. Jeg har selv arbeidet i og sett på nært hold hvordan svært kunnskapsrike og dyktige lektorkolleger har sluttet så altfor tidlig, noe som kunne vært unngått med større fokus på seniorpolitikk. Vi er enig med SV i at det er et lokalt ansvar. Men dette koster penger, og det er ett av Jeg er glad for at kunnskapsministeren i brev til komiteen understreker at hun slutter seg til tilstandsbeskrivelsen som gis i representantforslaget. Likevel synes jeg det er skuffende at hun kun vil satse på tiltak som alt er igangsatt og ikke varsler at hun vil se på flere tiltak – ja, kanskje til og med tenke litt nytt om dette. La meg understreke at skoleeierne – kommunene og fylkeskommunene – selvsagt skal ha et ansvar for å ivareta sine arbeidstagere, men Venstre mener altså at det er behov for at staten Det er ikke det samme som utidig innblanding i en forhandlingssak mellom partene, slik statsråden antyder i sitt brev. Det handler om å være proaktiv og ta en utfordring på alvor. Det er det også bred enighet om i opposisjonens fellesmerknad i denne For Venstres del er vi skuffet over at regjeringspartiene, som utgjør flertallet i denne sal, etter alt å dømme ikke vil støtte vårt relativt åpne forslag om å få en egen sak til Stortinget om seniortiltak for å beholde den verdifulle kompetansen vi har i skolen. Det bør de gjøre for å vise at de tar problemstillingen på alvor. Jeg synes at denne diskusjonen er
takke

at de som brukte PISA-resultatene til å svartmale jobben som ble gjort i skolen, nå bryter ut i lutter glede over nye resultater og lovpriser skolen. Jeg tror det er mye av det vi har holdt på med ellers, som egentlig er de viktigste seniortiltakene, i hvert fall har flere talere, Anne Tingelstad Wøien, Aksel Hagen, m.fl., vært inne på det her. Det jeg hører fra mange eldre lærere, er, Jeg skulle ønske meg noen færre elever å ha ansvaret for, sånn at jeg virkelig kunne vite når jeg gikk hjem fra jobb at jeg hadde gjort et godt dagsverk og hadde klart å følge dem opp. Og, punkt 2: Jeg skulle ønske jeg kunne konsentrere tiden min mer om det som er forberedelse til undervisning, gjennomføring av undervisning, tilbakemeldinger, vurderinger og oppfølging. Det er dette lærere sier, om de er 25 eller 67 år. Derfor mener jeg at det viktigste er at Stortinget har de overordnede, de store grepene i skole- og utdanningspolitikken, for det er det viktigste er at Stortinget har de overordnede, de store grepene i skole- og utdanningspolitikken, for det er det som legger rammebetingelsene for hva slags status skolen har, hva slags fokus skolen har, og hva slags arbeid som skal gjøres der. Så Tidsbrukutvalgets innstilling og Stortingets behandling av den, er utrolig viktig. Når det gjelder å rekrutterer flere lærere til lærerutdanningen, har vi jo lyktes utrolig bra. I løpet av to år har vi økt rekrutteringen av kvalifiserte søkere som starter på lærerutdanningen, med mer enn 30 pst. Det er jo fantastisk! Det er nå bare om å gjøre å klare å holde på det. Neste utfordring er jo at læreryrket er så attraktivt at lærere ikke går lei etter ti år, eller etter 15 år, og velger seg andre yrker underveis. Den siste utfordringen er å få dem som begynner å nærme seg AFP, til å stå lenger i jobben sin, og for alle disse gruppene er fellesnevneren det store bildet av skolepolitikken.

Men det betyr at det er kommunene som faktisk må ta ansvaret for de helt konkrete seniortiltakene. Jeg synes vi er i en mellomposisjon her, for hvis kommunene hver gang det er en problemstilling som er avgjørende viktig, tenker at vi gjør ikke noe med det før det kommer noen statlige tiltak, da Derfor har jeg vært opptatt av at etter- og videreutdanningen skal være et spleiselag mellom kommunene og staten – og det blir jo det helt håpløst hvis kommunene nå lener seg tilbake og sier nei, Stortinget har ikke bevilget én krone til seniortiltak, så det blir det ikke noe av, for dette handler jo om å ha arbeidsgiveransvar. Hva mente man med å flytte forhandlingsansvaret til kommunene? Man må jo mene med det at kommunene er tettere på, har oversikt, og finner ut av hvordan en skal klare og finner ut av hvordan en skal klare å følge opp hver enkelt arbeidstaker slik at de kan stå lenge i jobben. Vi har bidratt lokalt eller sentralt i forbindelse med forhandlinger om seniortiltak. Det gjorde vi i 2006. Da var en litt kritisk fase av forhandlingene nådd. Staten stilte opp med 90 mill. kr i seniortiltak i det

men jeg tror det viktigste Stortinget kan bidra med i den diskusjonen, er å få på plass det store bildet, den viktigste jobben for Skole-Norge. Det dreier seg om tidsbruk, fokus, status og rekruttering, og så må diskusjonen gå på hva slags ansvar man har når man er arbeidsgiver. Da er det faktisk kommunenes ansvar å ha en god seniorpolitikk for hver enkelt lærer i sin kommune.

Men dette er noe som partene selv må komme fram til gjennom forhandlinger. Men igjen, nå er det engang sånn at dette koster penger, noe som ofte er en mangelvare i mange kommuner. I brevet sies det at regjeringen ønsker å satse på de tiltakene som alt er igangsatt, og vil vurdere effekten av disse. Dersom seniorlærerne skal fritas for ordinær undervisning og brukes som veiledere, eller ha færre elever i klassen,

ber om å få arbeidsgiveransvaret for en gruppe – det har kommunene bedt om, og det har de fått, det fikk de av den forrige regjeringen – da kan det ikke være sånn at man lener seg tilbake og sier at hvis ikke vi får ekstra penger fra staten, så gjør vi ikke noe med det. Da må man si: Det ansvaret ønsker vi, fordi vi er tettest på det som er utfordringene hos oss, fordi vi ønsker å investere i våre ansatte og fordi vår kommune er tjent med at lærere står i jobb til de er 67 år, 70 år og kanskje tjent med at lærere står i jobb til de er 67 år, 70 år og kanskje til og med mer enn det. Så skal vi selvfølgelig ha oversikten over det store bildet, men hvis arbeidsgiveransvaret er lagt til kommunene og de selv har bedt om å få det, må kommunene altså ha en mye mer offensiv innstilling. Jeg lurer på om statsråden tror at det finnes seniortiltak som kan settes inn i skolen, som vil resultere i at flere lærere står i tjeneste lenger enn det som er tilfellet i dag. Jeg er helt sikker på at det finnes mange måter – både ved at man organiserer arbeidet for de eldre arbeidstakerne på den enkelte skole, at rektor på den enkelte skole ser hvilken verdi og hvilken kompetanse eldre arbeidstakere har, og ved at kommunen tenker seg nøye om og finner ut på hvilken måte de kan tilrettelegge for å få folk til å stå lenger i jobb. Så tror jeg den viktigste jobben vi gjør fra Stortingets side, er å sørge for bevissthet rundt tidsbruk, hva slags arbeidsoppgaver man har, og at man har en ressursnorm – som jeg vet Høyre er imot – nemlig at vi sørger for at det er lærere nok til å se hver enkelt elev. Det er det jeg oftest hører fra lærere, at brenner dem ut. Det skal bli festlig å høre hva Høyre mener om det videre framover. Så mener jeg at hvis man er tett på, er det de konkrete, direkte rettede seniortiltakene som er et klart arbeidsgiveransvar. Så har vi selvfølgelig et overordnet ansvar for hvordan dette går. Det er går. Det er nå sånn at det faktisk er representantene som får lov til å spørre statsråden, og ikke motsatt. Det er vel sånn det er fortsatt? Hvis det er en trend overalt at seniortiltakene går ned, ser statsråden at det kan være tiltak av nasjonal karakter som bør settes inn, utenom arbeidsgiveransvaret og arbeidsforholdet? Så har statsråden to i dag, og også i en tidligere debatt nå i det siste, kommet inn på dette med forhandlingsansvar og hva den forrige regjeringen gjorde. Da har jeg bare ett enkelt spørsmål: Er statsråden uenig i at dette forhandlingsansvaret skal tilligge kommunen, og vil hun i tilfelle bruke sin flertallsmakt til å flytte dette tilbake? Nei, det har jeg ikke noen planer om, men jeg hadde ikke overført forhandlingsansvaret fra staten til kommunene på det tidspunktet det ble gjennomført. Det ble gjort av den forrige regjeringen, Bondevik, som lå som gjedda i sivet da Arbeiderpartiets landsmøte vedtok det. Å ta det tilbake er et enormt stort spørsmål, men vi har to ganske store dilemmaer når det gjelder den nasjonale politikken. Det ene er arbeidsgiveransvaret og lønnsforhandlingene, og lønnsforhandlingene, og det andre er arbeidstidsavtalene, altså at de to egentlig viktigste ressursfaktorene i skolen, ligger lokalt. Det finnes også mange fordeler ved det. Det jeg inviterer til, er å reflektere over hva som er Stortingets ansvar i forhold til rekruttering og det som nærmer seg arbeidsgiverpolitikk, og hva vi kan forvente av kommunene. Jeg er redd hvis kommunene lener seg tilbake og tenker at vi gjør ingenting før staten kommer og hjelper oss.

Men gitt at det særdeles lave antall lærere som sier de vil stå i yrket fram til pensjonsalder, skal slå til, vil statsråden da endre mening? Og vil hun innta en mer proaktiv rolle, gitt at de fremskrivningene skulle vise seg å slå til?

Når det er sagt, mener jeg at representanten Dagrun Eriksen var inne på noe som jeg tror er veldig viktig, og det er synet på eldre arbeidstakere i skolen. Der kan vi selvfølgelig bidra, selv om det ikke er direkte inn på seniortiltakene, som er et arbeidsgiveransvar. Jeg tror at mange eldre lærere har følt seg skviset ut, mobbet litt bort, at de må begrunne hvorfor de står i jobben i stedet for hvorfor de går. Da er det egentlig noen holdninger som er snudd på hodet, for det burde være motsatt. Både representanten Hagen og statsråden viser i motsatt. Både representanten Hagen og statsråden viser i dagens debatt en rørende omsorg for lokaldemokratiet og en bekymring for Stortingets involvering i noe man formelt sett ikke har det direkte De samme to er ikke like bekymret for Stortingets involvering i ønsket om å lovfeste en norm for lærertall i den samme skolen. Det er for så vidt en interessant observasjon, vil jeg si, men jeg lurer da på om statsråden tror det er mulig

og får flere lærere inn i skolen, er i hvert fall det noe av det som eldre lærere oftest vektlegger i diskusjon med meg. Den sikkerheten for at man har ressurser til å gjøre en god jobb, at man kan gå hjem fra jobben fornøyd over å ha sett hver enkelt unge, tror jeg kanskje er den viktigste investeringen. Så jeg vil snu det og si at å få til en vellykket gjennomføring av en ressursnorm som sikrer et visst antall lærere i skolen, også vil være det viktigste for å få flere seniorer til å bli og å rekruttere en del av dem som har valgt seg andre yrker. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, får en taletid på inntil 3 minutter. og å rekruttere en del av dem som har valgt seg andre yrker. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, får en taletid på inntil 3 minutter. Det har vært spennende å følge debatten. Det er sagt mye rosende om skolen – og det kan vi jo være enig i alle sammen. Det er også sagt mye om hvor viktig det er å legge til rette for lærerne, at de har god helse, og at det fungerer på skolen. Ja, det er vi enige om alle sammen. Men denne saken dreier seg ikke om alle de gode tiltakene som er satt som er satt inn, som er naturlige, og som vi alle er med på. Representanten Breen snakket mye om de gode resultatene i skolen. Ja, det er fordi vi i all hovedsak har en god lærerstab. Det det dreier seg om her, er å være i forkant når det gjelder å ha en god lærerstab i framtiden, slik at vi fortsatt kan ha disse resultatene. Vi har en stor andel ukvalifiserte lærere i dag, og andelen har økt. Det er bekymringsfullt. Og vi vet at det er ventet en stor utskiftning, som er større enn rekrutteringen. Så til Aksel Hagen, som også i dag har prøvd seg med det retoriske grep at vi i opposisjonen er opptatt av mer stat. Det er nå engang sånn at det er staten som har ansvaret for lærerutdanningen. Da er det ikke til å undre seg over at staten tar ansvar når vi ikke greier å skaffe nok kvalifiserte lærere. Det er rett og slett en plikt vi har, vi som har ansvar for lærerutdanningen. I tillegg har vi også ansvar for rammene for dem som driver de aller, aller fleste av skolene i dette landet – for så vidt alle, gjennom tilskudd, men spesielt kommuner og fylkeskommuner. Det er vårt ansvar. Så det er altså ikke mer stat. Det som vi snakker om, er ekstratiltak i en gap-situasjon, der det altså er en utfordring å skaffe nok lærere, og der det ikke er nok lærere som står i tjenesten. Da vil jeg litt over til statsråden. I dag sliter jeg med logikken – det pleier jeg ikke å gjøre når det gjelder statsråden – fordi hun gjentatte ganger, også i replikkene, har sagt at det viktigste er at vi nå får nok lærere inn i skolen. Dette er altså et forslag for å sikre nok lærere i skolen, når vi sliter med å få nok, men det Det er slik at arbeidsgiveransvaret ligger på skoleeier. Det gjør det også når det gjelder etter- og videreutdanning – fullt ut er det et ansvar på skoleeier. Men vi har gått inn med ekstramidler. Vi har laget en avtale som skal gjøre det lettere for dem å gjennomføre det. Det er det vi snakker om når det gjelder seniorpolitikken også. Det er en uutnyttet ressurs som er på vei ut av skolen. Og jeg må si: Vi får ikke flust av saker fra denne regjeringen til vår komité, i hvert fall. At man da skal avvise å se på dette forslaget, i hvert fall som et grunnlag for hva som kan gjøres, forundrer meg stort. Deler av denne debatten synes jeg er veldig interessant og

Så til representanten Dagrun Eriksen, som sier at her er det viktig at vi gjør noe. Men det er jo nettopp det som er situasjonen, her gjør vi noe! Her gjør vi veldig mye. Regjering, komité og storting tilhører dem som gjør mye i utdanningspolitikken, men ikke minst gjør kommuner, fylkeskommuner og de øvrige partene i arbeidslivet mye akkurat nå, på hele dette feltet – i bredden og helheten – også det som går mer spesifikt på dette med å beholde seniorer i skolen. Så her foregår det politikk og politikkutvikling. Men det er nå engang slik – og heldigvis er det slik – at all politikk og all politikkutvikling ikke skal skje i denne salen. Den skal i stor grad skje bl.a. ute i kommuner, i kommunestyresaler og og i fylkestingssaler. Ikke minst er det riktig på et område der det er kommuner og fylkeskommuner som er skoleeiere. Så kan det godt hende at dette har noe med penger å gjøre. Men da er jo dette en debatt vi først og fremst må ta når vi skal diskutere den fylkeskommunale og kommunale økonomien i forbindelse med statsbudsjettet, slik at skoleeier kan få noe større økonomisk til å gjøre det som man har lyst til å gjøre – tiltak som man utvikler i den enkelte skole, i den enkelte kommune og fylkeskommune, i tett dialog med dem det gjelder, og de organisasjonene som er inne i bildet. Dette er ikke å abdisere. Dette er å vise tillit til dem som har hovedansvaret her, men samtidig selv bidra på ulike måter – og det gjør da virkelig regjering og storting i dag. Et av de innspillene jeg har fått, har overskriften: Gull og gråstein-dilemmaet. Det synes jeg er et veldig godt innspill. Det er vanskelig å vite hva som er de generelle og riktige tiltakene her. Det har egentlig flere av representantene allerede vært inne på. For noen er det et tiltak å få lov til å få lov til å redusere arbeidstid og arbeidsbyrde noe – å få lov til å gå noe saktere på slutten. For andre er det stikk motsatt, de vil få klapp på skulderen og oppmuntring til å stå på, kanskje som aldri før, de siste årene de er i arbeidslivet. Derfor skal vi være forsiktige med generelle tiltak fra oven, men vi skal støtte opp under gode, lokalt utviklede tiltak.

men me skal akta oss i denne salen for ikkje å driva med velmeinande stortingsregjereri. Det er ein realitet at det som verkar, og som er allmenngyldig over heile landet, f.eks. fokus på skuleleiarfunksjonen, og for så vidt også skuleeigarfunksjonen, grip no skuleeigar tak i. Statsråden var inne på dette med å snakka skulen opp. Eg har lyst til å invitera opposisjonen til å vera med på den hyggelege øvinga det er å snakka skulen vår opp – snakka godt om skulen vår. Dei gjer ein god jobb i skulen. Vi ser at Tidsbrukutvalet sine tilrådingar er behandla i denne salen, grundig og tungt. Det har kome med krystallklare anbefalingar. Men så er det slik at det er mange forhold som i mykje større grad må vera skreddarsydde den enkelte konkrete situasjonen dei passar det ikkje så godt å diskutera i denne salen. Det handlar ikkje nødvendigvis om kroner og øre. Det kan det òg gjera, men det handlar om lokal tilrettelegging med tanke på den fysiske og psykiske arbeidsbelastninga. Det seier seg sjølv at det i fyrste rekkje er kommunen eller fylkeskommunen som sit tett på problemstillingane, og som har arbeidsgivaransvaret, som må ta tak i dette. Det er ikkje slik at det finst nokon generell formel for å redusera tidleg pensjonering. Men det som er viktig, er å satsa på parallelle tiltak retta mot arbeidsmiljøet – fysisk så vel som psykisk – mot arbeidsorganiseringa, og mot tiltak tilpassa den enkelte læraren. I mine auge er det noko som skuleeigaren er best skikka til, men for all del, me følgjer naturlegvis utviklinga særdeles nøye og tett. Vi har stor tiltru til at situasjonen vil betra seg, ut frå det som er reist av problemstillingar, det som skuleeigaren har gripe fatt i, og det som me òg har sett er reist av problemstillingar i den alminnelege debatten. Men om det, i motsetning til det ein skulle tru, ikkje skulle fungera, er naturlegvis alle einige om at då må ein gripa fatt i situasjonen att. Det er ikkje noko dogmatisk forhold me diskuterer, det er ei praktisk tilnærming til eit praktisk problem. Jeg skal forsøke å la det bli med dette. Men jeg kan ikke dy meg når representanten

og forskningskomiteen, foreslo der å gripe sterkere inn i skolen gjennom å lage nasjonale føringer for læreplanene, slik at mindre skulle gjøres lokalt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Behovet for mer personell i helse- og

som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

ikke minst et dynamisk arbeidsliv i helsesektoren som kan ta imot alle de nyutdannede. Situasjonen i utdanningssektoren er imidlertid en helt annen. Det er et markert fall i antallet studenter til f.eks. sykepleierutdanningen i 2010. Det var en liten opptur og oppgang i 2009,

Det kan være flere grunner til denne situasjonen, men i tillegg til selve utdanningsløpet er det sikkert at også forholdene rundt mulighetene i arbeidslivet og innholdet i den jobben man skal få etter endt utdanning, spiller inn. Forhold som lite fleksibilitet med hensyn til arbeidstidsorganisering og svakere lønnsutvikling enn i mange andre sektorer er selvfølgelig viktige momenter. Lite konkurranse på arbeidsgiversiden er et særmerke for helsesektoren. Dette gjør dessverre at man ikke finner den dynamikken og den konkurransen som man finner i sektorer med et større mangfold blant arbeidsgivere. Det er også selvfølgelig forskjeller innenfor offentlig helsevesen når det kommer til attraktivitet. Mange foretrekker å jobbe i den statlige sykehussektoren fremfor i den kommunale pleie- og omsorgsdelen. og omsorgsdelen. Det er liten tvil om at både fleksibilitet med hensyn til arbeidstid samt lønns- og faglige utviklingsmuligheter spiller inn her. Vi får dessverre stadig tilbakemeldinger om at også i utdanningsløpet får man klare signaler om hva man burde velge, og der står ikke den kommunale pleie- og omsorgsdelen nødvendigvis like høyt bestandig. Jeg har sett liten vilje fra regjeringen til å gjøre noe med disse utfordringene, annet enn å holde fast ved de etablerte strukturene innen deler av omsorgssektoren. I den senere tid har vi hatt den såkalte Adecco-saken, som har satt fokus ikke bare på konkurranseutsetting og supplement av private tilbydere, men også på ansattes rettigheter og ikke minst på fleksibilitet og turnusordninger. La det være helt klart at ingen forsvarer juks og fanteri, og Adecco har fått som fortjent – det tror jeg alle partier i denne sal mener. Men i kjølvannet av Adecco-saken er det også dessverre avdekket en utstrakt kultur for forskjellige brudd også i offentlig sektor. På nyhetene i forrige uke fikk vi jo høre om 50 000 brudd bare i Helse Sør-Øst, og dessverre er det så mange, mange flere. Fremskrittspartiet og jeg formoder resten av denne salen er opptatt av begge deler, og aksepterer ikke at norsk helse- og omsorgspolitikk skal ha det på den måten, dette både av hensyn til de ansatte og ikke minst av hensyn til dem vi alle er til for, nemlig pasienter, beboere i institusjoner Så når vi i dag diskuterer rekrutteringen til disse yrkene, må vi nok erkjenne at omdømmet, uansett hvor man jobber, i offentlig sektor eller privat, ikke har bidratt til et godt renommé og derved en stor tilstrømning til yrket. Når man kan få et inntrykk av mange brudd på arbeidstidsbestemmelser, mye press på jobben, liten mulighet for heltid

viser til veldig gode resultater. Jeg har lyst til å sitere fra den saken som Bergen bystyre behandlet – jeg tror det var på tampen av fjoråret – hvor det sto i innstillingen: «Byrådet er svært tilfreds med erfaringene som framkommer i enheter med alternative arbeidstidsordninger. Spesielt gledelig er det å se de positive konsekvensene disse ordningene har hatt på kvalitet i og for arbeidsmiljøet. Rekruttering til fagstillinger er meget god og antallet hele stillinger er økt vesentlig. Vi» – det er da Bergen – «vil derfor framover, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, arbeide for å utvide ordningen til flere bofellesskap». men i saken påpekes det også at mulighetene er begrenset av at det kun gis årlige dispensasjoner. Mangelen på forutsigbarhet vanskeliggjør en del, og langsiktigheten blir borte, samt at dette da selvfølgelig etter dagens regime bare er mulig å få til med noen parter i arbeidslivet. Her er det altså noen som faktisk har en form for vetorett. Jeg tror at vi skal ta med oss f.eks. erfaringene fra Bergen, fra andre bransjer og se på mulighetene for et mer fleksibelt arbeidsliv også innen disse fag, og det synes jeg vi skal gjøre med et åpent sinn. I tillegg til mangelen på fleksibilitet er det et generelt problem at helse- og omsorgssektoren har sakket akterut når det gjelder lønnsbetingelser. Dette er imidlertid noe regjeringen på kort varsel kan gjøre noe med, siden det stort sett er offentlige arbeidsplasser vi snakker om. Det offentlige er arbeidsgiver for de aller fleste innen de såkalte kvinnedominerte lavlønnsyrkene, da de ofte finnes nettopp i offentlig sektor. I mange år har den til enhver tid sittende regjering argumentert med at det er partenes ansvar å fremforhandle lønns- og arbeidsbetingelser. Imidlertid er det gjennomførte regjeringen Stoltenberg I betydelige endringer i lærernes arbeidstidsbestemmelser. I tilknytning til dette og utenfor de ordinære oppgjørene ble det altså gitt kraftige lønnshopp for lærerne. Fremskrittspartiet har jo også i dag i salen vært med på å fremme et forslag i så henseende. Skal vi få gjort noe med arbeidsbetingelsene innenfor store deler av pleie- og omsorgssektoren, er det regjeringen som må ta grep i forhold til og omsorgssektoren, er det regjeringen som må ta grep i forhold til lønnsutviklingen. Som tidligere omtalt har den senere tids utvikling også vist at det er et stort behov for å bedre fleksibiliteten med hensyn til arbeidstid. Det er et behov for å bringe rammebetingelsene her i tråd med tiden og ikke minst andre samfunnssektorer. I tillegg til hva det offentlige selv kan gjøre som arbeidsgiver og regulator for å bedre rammebetingelsene for ansatte i pleie- og omsorgssektoren, og omsorgssektoren, og dermed gjøre dette til en mer attraktiv utdanningsvei, er det viktig å legge til rette også for konkurranse om arbeidskraften. Når arbeidsgivere må kjempe om å få arbeidskraft, er ofte konsekvensen at det bidrar til bedre betingelser for bransjen og faget spesielt. Ved å slippe til flere aktører i dagens tilnærmede omsorgsmonopol vil man bringe dynamikken og konkurransen om de beste arbeidsbetingelsene og konkurransen om de beste arbeidsbetingelsene også til pleie- og omsorgssektoren. Konkurranse er bra og vil sørge for at vi får best mulig kvalitet i omsorgstilbudet til de pleietrengende. Dette vil også bidra til en konkurranse om å tilby gode arbeids- og lønnsbetingelser for de ansatte, som vi finner i andre sektorer og på andre områder. Mer bruk av konkurranse og et mangfold av arbeidsgivere vil gi et solid bidrag til bedre lønns- og utviklingsmuligheter i pleie- og omsorgssektoren. Dette vil i sin tur skape et bedre grunnlag for rekruttering til yrkene. Så det skal bli spennende å høre hva statsråden vil ta av initiativ for å bedre modernisere arbeidsvilkårene for pleie- og omsorgssektoren, og derigjennom bidra til bedre rekruttering, bedre omdømme og attraktivitet for disse for oss alle viktige yrkesgruppene. Det er et viktig tema interpellanten

faglært arbeidskraft i sektoren. Men her har vi gjort en rekke tiltak, og regjeringen har siden tiltredelsen vært opptatt nettopp av kompetanse- og rekrutteringsutfordringene i omsorgstjenestene. Allerede med St.meld. nr. 25 om fremtidens omsorgsutfordringer fra 2006 la vi en plan for dette arbeidet frem Det er kommunene som har ansvaret for å tilby alle med behov de omsorgstjenestene de har krav på. Regjeringens viktigste oppgave i så henseende er å sikre at kommunene har gode forutsetninger for å utøve dette ansvaret. Fra 2005 til 2011 har regjeringen styrket kommuneøkonomien med i alt

Vi har satt oss et nytt mål om 12 000 årsverk frem mot 2015, og tallene så langt i perioden viser at vi er på god vei. I 2009 fikk vi om lag 2 300 nye årsverk i omsorgstjenesten, og foreløpige tall viser en vekst på ytterligere 3 300 årsverk i 2010. Ufrivillig deltid er en utfordring for disse tjenestene. Det er derfor gledelig at den sterke årsveksten vi har sett de siste årene, skyldes at mange kommuner har tilbudt medarbeidere med små stillingsbrøker større eller hele stillinger. I seg selv utgjør dette om lag 6 000 årsverk i perioden 2005–2009, eller I seg selv utgjør dette om lag 6 000 årsverk i perioden 2005–2009, eller snaut 40 pst. av den totale veksten i perioden. Det betyr færre ansatte med svak tilknytning til tjenestene, og dermed bedre kvalitet. For å møte fremtidens omsorgsutfordringer er det avgjørende å arbeide målrettet og langsiktig med å heve utdanningsnivået og styrke rekrutteringen til omsorgstjenestene. Derfor har vi etablert en egen kompetanse- og rekrutteringsplan for omsorgstjenestene – Kompetanseløftet 2015. Planen skal bidra til å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning. Nærmere 9 400 personer har mottatt tilskudd til grunnutdanning eller etter- og videreutdanning i løpet av kompetanseplanens tre første år. Videre- og etterutdanning er effektive tiltak for å øke rekrutteringen og holde på arbeidskraften. Derfor finansierer Kompetanseløftet desentraliserte studieløp i bl.a. sykepleie og vernepleie. Dette har vist seg å være et godt virkemiddel for å bidra til en mer stabil og godt utdannet arbeidskraft i distriktene. Desentralisert høyskoleutdanning gir dessuten erfarne hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere mulighet for høyskoleutdanning i nærheten av der de bor. Om lag 320 personer fullførte desentralisert høyskoleutdanning i ulike helse- og sosialfag bare i 2009. Den største rekrutteringsutfordringen både på kort og lengre sikt er å utdanne nok helsefagarbeidere. Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er den største yrkesgruppen i omsorgstjenestene. Her er gjennomsnittsalderen høy, og beregninger som er gjort av SSB, viser at det vil kunne bli en økende mangel på denne utdanningsgruppen frem mot 2030. Det er derfor viktig at flere unge søker seg til helse- og sosialfag i videregående opplæring, og at vi lykkes med voksenopplæringsordningene innenfor helsearbeiderfaget. Voksne har alltid vært den største og mest stabile og mest stabile rekrutteringskilden til omsorgssektoren. Av dem som var ansatt i omsorgstjenestene i både 2008 og 2009, var det nesten 4 000 som fikk endret sitt utdanningsnivå – de fleste fra å være ufaglært til å få kompetanse på videregående nivå. Mange av disse var voksne. Dette ble muliggjort gjennom midler i Kompetanseløftet 2015. For å rekruttere flere unge inn i omsorgsyrkene ble Aksjon helsefagarbeider etablert i 2005. Aksjon